den forrige regjeringen, er biodrivstoffsatsing, all den tid det er sånn at biodrivstoffsatsingen er noe som regjeringen i to omganger er blitt tvunget til å gå med på, selv om Finansdepartementet tok omkamp fram mot revidert nasjonalbudsjett og skapte usikre rammebetingelser – igjen, ære være Kristelig Folkeparti og Venstre. Jeg sa ikke at antall elbiler går ned på grunn av mangel på fordeler. Jeg sa at elbilsalget gikk ned, og grunnen til det er at vi har to statsråder fra Fremskrittspartiet som sitter med nøkkelen her, og som motsetter seg enhver økning i den samlede fossilbilprisen, og da vil heller ikke elbilene bli mer konkurransedyktige. Når det gjelder kvotepliktig sektor, oppfatter jeg at representanten Heikki Eidsvoll Holmås tar feil av flere grunner. Det

2005. Det betyr alt annet like at utslippene i Europa vil gå betydelig ned i denne sektoren, og industrien og petroleumssektoren er omfattet av dette. Jeg mener Norge bør ha ambisjon om å ta en større del av industriveksten internasjonalt enn det vi gjør i dag, og det vil også være bra for det globale klimaet. Det vil gjøre at utslippene fra industrien isolert sett kan gå noe opp i Norge, men det gjør at de globale utslippene går kraftig ned alt annet like, og så må vi bistå med teknologiutvikling for å gjøre industrien vår så ren som overhodet mulig innenfor de rammene vi har tilgjengelig. Når det gjelder biodrivstoff, mener jeg at representanten Eidsvoll Holmås har frekkhetens nådegave, for jeg husker meget godt at daværende statsråd Erik Solheim åpnet et nytt biodieselanlegg i Norge, og et par måneder senere innførte den samme regjeringen en biodieselavgift som gjorde at det samme anlegget måtte stenge, som en direkte konsekvens av regjeringens avgiftspolitikk. Så når representanten Eidsvoll Holmås snakker om at vi har spredd usikkerhet om rammevilkårene for denne bransjen, vel, da bør han ta en titt i speilet, for var det noen som skapte usikkerhet om dette – og ikke bare skapte usikkerhet, men satte hele den industrielle satsingen i Norge på vent – var det jo nettopp de Jeg skjønner at det ikke var representanten Eidsvoll Holmås’ ønske at det skulle bli slik, men det var altså på hans vakt det skjedde, og han må ta ansvaret som en følge av det. Når det gjelder fossilbilparken, har vi – regjerings- og samarbeidspartiene – endret bilavgiftene, slik at vi vektlegger CO2 og NOx i enda sterkere grad enn i dag. Det er positivt, ikke minst når EU nå er i ferd med å revidere sitt testregime for disse bilene, da vil Norge ha et avgiftssystem som er meget godt tilpasset fremtiden, og bidra til at vi klarer å fase inn så miljøvennlige biler som overhodet mulig, så raskt som mulig, og ikke minst med en betydelig andel null- og lavutslippsbiler, takket være at vi har videreført de fordelene som har ligget der, og vi har ambisjoner om å fortsette å gjøre det. Vi må ha et avgiftssystem som står i forhold til de ambisjonene vi har for 2030. De ambisjonene er høye, og heldigvis er det en samlet komité som står bak de ambisjonene. Det lover godt for fremtiden – så kan vi la historie være historie og se fremover, og da har vi mye å glede oss til – og forhåpentligvis også for fremtidige generasjoner. Det finnes nok bedre uttrykk enn å si om sine meddebattanter at de har «frekkhetens nådegave». Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 10. Etter ønske fra transport- og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

både i og utenfor landets grenser. Avinors samfunnsoppdrag er å eie, drive og utvikle et landsomfattende nett av lufthavner og flysikringstjenester. I tillegg kommer de ikke-statlige flyplassene. Luftfarten skal tilby et effektivt, sikkert og miljøvennlig transportsystem med god tilkomst for alle. I tillegg skal transportsystemet dekke samfunnets behov for transport og fremme nasjonal og regional utvikling. Norge er et langstrakt land, og folk i Norge er avhengige av fly for å komme seg raskt og effektivt rundt i dette landet. En samlet komité ser derfor på flyrutene som en viktig del av kollektivtilbudet, ikke minst i Distrikts-Norge, der man mange plasser har få alternativer. Flyselskapene har de senere år tatt viktige grep i mer miljøvennlig retning. Tiltak som å redusere drivstoffbruken er bra for luftfartens økonomiske bærekraft, samtidig som det sparer miljøet for utslipp. Økt bruk av bærekraftig biodrivstoff er et framtidsrettet virkemiddel for å få ned utslippene fra luftfarten. Denne utviklingen er komiteen enig om bør stimuleres og intensiveres. Derfor er det gledelig at Avinor allerede satser på biodrivstoff, og at dette nå er gjort tilgjengelig på Oslo Lufthavn – faktisk som den første flyplassen i verden. Avinor har i tillegg satt av 100 mill. kr over en tiårsperiode til satsing på biodrivstoff og ser for seg en konkurransedyktig pris i 2025. Flere industrielle aktører arbeider med å utvikle produksjon av syntetisk biojet. Med stor tilgang på biomasse fra skog her i Norge og Norden har vi gode forutsetninger for slik produksjon. Teknologien er kjent, men må utvikles videre På sikt – ja, for så vidt allerede – mener man også at alger, både mikro- og makroalger, vil være relevant, også når det gjelder biodrivstoff. Utredninger, bl.a. et felles prosjekt mellom flybransjen og Avinor, viser at produksjon av biojet er fullt mulig i Norge. Kostnadene for slik produksjon i oppstartsårene vil ligge høyere enn forventet markedspris for fossilt brennstoff. Det er derfor viktig

En samlet komité med unntak av Venstre åpner også for en uavhengig kartlegging av flyplasstilbudet i østlandsområdet, og man ber også om at det sees nærmere på de ikke-statlige flyplassenes plass i norsk luftfart. Dette er blitt enda mer aktualisert med vedtaket fra Rygge sivile lufthavn, som ble kjent sist uke, om å legge ned Moss Lufthavn Rygge fra 1. november 2016 på grunn av den mye omtalte Etter informasjon fra Avinor er flyplasskapasiteten på Østlandet allerede utredet av et svensk firma i forbindelse med NTP-rapporten uten at jeg er kjent med alle detaljene i denne. Denne uavhengige utredningen viser i hvert fall at OSL når sitt kapasitetstak i 2030 med 90 planlagte bevegelser per time og da vil utløse behov for en tredje rullebane. Komiteen er samstemt om å gjøre Oslo Lufthavn til et sterkt knutepunkt for å kunne utvikle gode, sammenhengende rutesystemer som dekker behovene også i Distrikts-Norge, og hindre trafikkoverføring til utenlandske knutepunkt som f.eks. København, Stockholm, Amsterdam, London og Frankfurt. Komiteen mener Sandefjord og Moss Lufthavn er gode lufthavner for sine regioner, men ikke kan fylle rollen som nasjonalt luftfartsknutepunkt. flertall, utenom Senterpartiet og Venstre, viser for øvrig til budsjettinnstillingen for 2015, der komitéflertallet uttalte: «Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, vil påpeke at det haster med å avklare nødvendig areal for tredje rullebane ved Oslo Lufthavn.» Flertallet legger fortsatt dette til grunn. Det er som sagt stor enighet i komiteen, med unntak av Venstre, som sikkert vil argumentere for sitt syn

Utredninger viser at produksjon av biojet er mulig i Norge, men at kostnadene for produksjonen i oppstartsårene vil ligge høyere enn forventet markedspris for fossilt brennstoff. Det er derfor viktig at staten bidrar med incentiver slik at en får fortgang i etablering av bærekraftig jetdrivstoff i Norge. Stortinget ber regjeringen vurdere om virkemidlene som i dag finnes for utvikling, produksjon og bruk av bærekraftig biodrivstoff og andre null- og Målet må være at luftfarten kan oppnå de utslippsreduksjonene som er nødvendige for at Norge skal kunne innfri sine utslippsforpliktelser innen 2030. Økt bruk av bærekraftig biodrivstoff er et framtidsrettet virkemiddel for å få ned utslippene fra luftfarten. Det vises her til budsjettforliket mellom regjeringen og samarbeidspartiene, der det ble enighet om å redusere startavgiften med 25 pst. for fly som benytter 25 pst. bærekraftig biodrivstoff, med sikte på å erstatte denne ordningen med et omsetningskrav fra 1. januar 2018. Enovas fond for klima, fornybar energi og energiomstilling er nær doblet siden 2013 og nærmer seg 70 mrd. kr. Avkastningen fra dette fondet kan også benyttes til å støtte pilotanlegg og teknologiutvikling knyttet til null- og lavutslippsløsninger for flytrafikken. Innovasjon Norges miljøteknologiordning er nær tredoblet siden Stoltenberg II-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014 og bidrar gjennom dette til å støtte en rekke bedrifter. I vedlegg 1 til NTP 2018–2029, Grunnlag for klimastrategi, står det: «I retningslinjene for NTP 2018–2029 er det overordnede målet for transportsektoren formulert slik: «Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til Etatene må utvikle sin rolle som kunnskapsleverandør og pådriver for å oppfylle forventningene samfunnet har til sektoren, samtidig som lavutslippssamfunnet legges som en langsiktig premiss for framtidige prioriteringer i samspill med hensynet til sikkerhet og verdiskaping.»

og nye typer drivstoff vil det være nærmest umulig å oppnå tilstrekkelig store kutt i klimagassutslippene til 2030. Den andre delen av Kristelig Folkepartis forslag omfatter den samlede flykapasiteten på Østlandet. I Norge er luftfarten en del av kollektivtransporten. Luftfarten skal tilby et effektivt, sikkert og miljøvennlig transportsystem med god tilkomst for alle. Det er behov for en samlet kartlegging av flyplasskapasiteten i østlandsområdet, hvor bl.a. Sandefjord Lufthavn Torp og Moss Lufthavn Rygge inngår. Dette aktualiseres i forbindelse med behandlingen av NTP 2018–2029. Tidspunktet for når en tredje rullebane på Gardermoen skal bygges, må vurderes i lys av en slik totalanalyse. Det som ikke kan vente, er avgjørelsen av hvor en eventuell tredje rullebane på Gardermoen skal lokaliseres.

at det er mange andre elementer som er av større betydning for de ikke-statlige flyplassene. Ikke minst gjelder dette forholdet til Avinor. Det er årsaken til at vi ønsker en uavhengig utredning som kan være et korrektiv til det som ligger i grunnlagsdokumentet til NTP. Det betyr ikke at Høyre vil rokke ved OSL Gardermoens rolle som den sentrale «hub»-en – både nasjonalt og i Skandinavia – men vi tror det er viktig at det finnes konkurransedyktige korrektiver til Avinor.

Avinor. Bruk av fly for både person- og varetransport har blitt et svært viktig og nødvendig transportmiddel for veldig mange. Mange lokalsamfunn har også blomstret betraktelig fram ettersom mindre flyplasser har gjort dem tilgjengelige for større markeder. Det er en kjensgjerning at bruk av fly kommer til å øke. Miljøjustert? Ja. Og til glede for mange selv om kanskje noen politikere hadde ønsket å forby luftfart generelt. Fremskrittspartiet har alltid vist til teknologiutvikling og hvordan enkle grep setter markedet i stand til å levere de tjenester og varer vi er ute etter. Vi har vært klare på at gulrot framfor pisk må være mantraet. I denne saken om en bærekraftig luftfartssektor gjør også dette seg Fremskrittspartiet har alltid vært og er fortsatt skeptisk til avgifter framfor gode incentiver. Jeg er derfor glad for at komiteen gjennom dette forslag kan jobbe videre for å få dette ytterligere på plass. Det har allerede blitt tatt gode grep for å sikre at flyselskapene belønnes for mer bruk av biodrivstoff. Dette gjøres med både redusert startavgift for fly og en stor økning i bevilgningene til Enova, som arbeider kontinuerlig med dette. Selv om prosentandelen biodrivstoff per i dag ikke er så høy som vi kanskje kunne ønsket oss, så høy som vi kanskje kunne ønsket oss, er det i hvert fall et viktig signal om at vi er på vei i riktig retning. Det er uten tvil når man ser all den oppmerksomheten som OSL har fått i forbindelse med etablering av dette – det gir nesten kjendisstatus. Fremskrittspartiet ser positivt på at vi også utover dette kan se nærmere på hvilke incentiver som kan være nyttige for å sikre at produksjon og bruk av biodrivstoff fortsatt øker. Videre mener vi det er viktig å vurdere slike tiltak i sammenheng med utarbeidelsen av ny nasjonal transportplan, som skal vedtas våren/sommeren 2017. Den anledningen vi nå har til å se på våre transportformer helhetlig og i sammenheng, må vi benytte oss av. Det er derfor videre viktig at vi gjennom denne transportplanen sikrer oss at vi får et helhetlig bilde av hvordan Gjennom dette forslaget støtter vi en uavhengig kartlegging av flyplasskapasiteten i det sentrale østlandsområdet. Det vil være viktig for å kunne sikre forutsigbarhet for flyplassene. Det vil også være spesielt viktig for de private aktørene som ikke er en del av Avinor-systemet. Under dette kan vi kanskje se for oss en forlengelse av flytoget, at det som i dag går fra Gardermoen ned til Drammen, kanskje burde gå ned til Torp – nettopp for å sikre dem synergi av hverandre.

østlandsområdet. For luftfarten vil det bli stadig viktigere i tiden som kommer. Luftfarten er en viktig del av transportsystemet vårt. Vi har et langstrakt land, vi blir stadig flere som reiser, og befolkningen øker. Da er det viktig at vi sørger for å ha et tilbud som ikke bare møter dagens behov, men som også tar høyde for behovet i årene som kommer. Reisemønstre og befolkningssammensetning endrer seg over tid. Det er en viktig oppgave for staten å vurdere luftfartens samlede behov og de samlede ressursene i et overordnet perspektiv, også hva gjelder infrastrukturen som ikke inngår i Avinors portefølje. Derfor mener Kristelig Folkeparti, og jeg er glad for at flertallet støtter oss på dette, at det trengs en uavhengig utredning som gir en samlet kartlegging av flyplasskapasiteten i det sentrale østlandsområdet. Ja, det har vært mye oppmerksomhet, som flere har vært inne på, rundt Moss Lufthavn Rygge i senere tid. Denne flyplassen vil være en naturlig del av en slik utredning, og vi må se på hvilke muligheter som finnes. Samtidig vil jeg si at en slik uavhengig utredning må gå utover denne dagsaktuelle problemstillingen. Det er viktig. Vi skal få en oversikt over det samlede behovet, og ikke minst hvordan vi kan utnytte ressursene best mulig. I det arbeidet skal det også ses nærmere på de ikke-statlige flyplassenes plass i norsk luftfart. Den andre saken – det andre forslaget vi har fremmet, og som vi i all hovedsak får tilslutning til – handler om en mer miljøvennlig flytrafikk. flytrafikk. Flyselskapene har selv tatt viktige grep i mer miljøvennlig retning og innført tiltak som reduserer drivstoffbruken. Det er bra. Det er bra for luftfartens økonomiske bærekraft, og det sparer samtidig miljøet for utslipp. Over tid kan den teknologiske utviklingen legge grunnlag for en kapasitetssterk luftfartsbransje, som er tilpasset nye markedsbehov, samtidig som miljøhensyn ivaretas. I dette bildet er bærekraftig biodrivstoff et nøkkelord. Biodrivstoff, vel og merke bærekraftig biodrivstoff, er et framtidsrettet virkemiddel for å få ned utslippene fra luftfarten. Denne utviklingen bør stimuleres og intensiveres. Flere industrielle aktører arbeider med å utvikle produksjon av syntetisk biojet. Det er god tilgang på biomasse fra skog i Norge og i Norden, og vi har gode forutsetninger for slik produksjon. Teknologiene er kjente, men det må utvikles videre gjennom storskalaproduksjon, som kan være kommersiell og bærbar også i et økonomisk perspektiv. Så vet vi samtidig at produksjonskostnadene vil ligge høyere enn forventet markedspris for fossilt brennstoff i en oppstartfase. Derfor foreslår Kristelig Folkeparti at staten skal bidra med incentiver. Da kan vi få til en raskere innfasing, og vi kan få fortgang i etableringen av bærekraftig biodrivstoff for fly i Norge. Samtidig vil dette også være positivt for norsk skogindustri.

Det er kollektivtrafikk. Jeg bruker å si at det er bussen min. Uten muligheter til å ta fly hadde det vært en lang reise. Selv om det går tog forbi i nærheten av der jeg bor, tar det så lang tid at det er ikke et alternativ – mellom 13 og 15 timer. Da sier det seg selv at en ikke er veldig påkoblet når en skal være så ofte ute og reise som mange av oss er. Så luftfart er viktig, og det er viktig at vi finner gode løsninger for framtiden for å ha et luftfartstilbud som gjør at folk kan være mobile og kan pendle, slik mange gjør. Senterpartiet støtter en uavhengig kartlegging av flyplasskapasiteten på det sentrale Østlandsområdet i et framtidsperspektiv. Vi mener det er veldig rett tidspunkt å gjøre det på, ikke bare ut fra den situasjonen som er i dag, Nå i disse tider går debatten om Rygge og den dramatiske utviklingen der. Det må tas med og sees på med tanke på hva som kan være aktuelt å gjøre framover, med den flyplassen som ligger der. En annen er Torp, som heller ikke er en statlig flyplass. Det er lurt å se dette i et helhetlig perspektiv. Oslo Lufthavn Gardermoen kommer uansett til å være en «hub» for mange av oss, og den er viktig for oss, men man bør se på helheten for østlandsområdet. Det er flere som har pekt på gode argumenter for å gjøre det, så jeg er glad for at komiteen er enstemmig. I Senterpartiet mener vi også at økt bruk av bærekraftig biodrivstoff er et virkelig framtidsrettet virkemiddel, og jeg er veldig glad for det initiativet som er blitt tatt, som ikke minst Avinor har stått for, biofuel for fly. Det er veldig, veldig bra. Det er et framtidsrettet virkemiddel for å få ned utslippene fra luftfarten, og det er et arbeid som må intensiveres. Vi mener også at økonomisk støtte til produksjon av bærekraftig biodrivstoff i Norge er en god ting. Det bidrar sterkt til utvikling av ny bioindustri. Det vil styrke norsk skogindustri samt gi et viktig bidrag til en mer klimavennlig luftfart. De samfunnsmessige gevinstene er med andre ord betydelige og kan bidra til en sunn vekst for luftfarten, som fremmer konkurransekraft og velferd i et land som er veldig avhengig av mobilitet. Vi er det i dag, og vi kommer til å være avhengig av det i all framtid.

i verden, er dette nå gjort tilgjengelig. Avinor har satt av 100 mill. kr over en tiårsperiode til satsing på biodrivstoff og ser for seg en konkurransedyktig pris i 2020–2025. Venstre vil ha en luftfart med reduserte CO2-utslipp. Venstre mener likevel at biodrivstoff ikke vil løse all forurensning fra fly, og derfor er det riktig å avgiftsbelegge utslipp fra luftfarten. Venstre mener at billettprisene er svært lave, og at en lav oljepris bidrar til det. Lave priser fører til økt flytrafikk og økt forurensning. Som en del av et grønt skatteskifte må derfor aktiviteter som forurenser, koste mer, som f.eks. å fly, mens det samtidig må gis lavere skatt på inntekt. Venstre mener vi trenger betydelig høyere avgifter på det vi vil ha mindre av, nemlig forurensning og CO2-utslipp, og langt mindre skatt på det vi vil ha mer av, nemlig arbeid, bedrifter og miljøvennlig adferd. Venstre mener luftfarten bør stimuleres til å ta i bruk mer miljøvennlige energikilder. Både annengenerasjons biodrivstoff og hydrogenløsninger må stimuleres. I statsbudsjettet for 2016 fikk Venstre gjennomslag for å gi 25 pst. i rabatt på blandingsavgiften for fly som har minimum 25 pst. biodrivstoff. Venstre viser til Lufthansa, Swissair, Austrian Airlines, Germanwings, Eurowings, Brussels Airlines, SAS og KLM, som har inngått avtaler om biojetdrivstoff. Resultatet er at disse selskapene som deltar i det grønne skiftet, kommer bedre ut og vil kunne tilby

slik at luftfarten kan bidra til utslippsreduksjoner som er nødvendige for at Norge skal kunne innfri sine utslippsforpliktelser om 40 pst. reduksjon innen 2030 i samarbeid med EU, og melde tilbake til Stortinget i forbindelse med framleggelsen av NTP for 2018–2029. Venstre mener jernbanepolitikk og luftfartspolitikk er to sider av samme sak. Tog må i mye større grad erstatte fly innenlands i Sør-Norge. Det er god miljøpolitikk å utnytte eksisterende infrastruktur på Rygge og Torp framfor å bygge ny rullebane på Gardermoen. Venstre mener at et nytt intercity-nettverk vil føre til at flyplassene på Rygge og Torp vil bli knyttet enda tettere opp mot sentrale deler av Østlandet og dermed få et utvidet omland. Venstre mener at en sammenkobling av Vestfoldbanen, landets mest trafikkerte jernbanestrekning, med Sørlandsbanen også vil forkorte reisen til Oslo fra Sørvest-Norge. Venstre mener derfor at ny rullebane 3 på Gardermoen må utsettes utover neste Nasjonal transportplan 2018–2029. Ved avgivelsesmøtet ble vi ved en inkurie stående utenfor det forslaget som flertallet har lagt fram, i og med at jeg ikke var på avgivelsesmøtet, men det kan vi jo rette på nå. nå. Venstre vil altså meddele at vi kommer til å stemme for forslaget fra flertallet, hvor Stortinget ber regjeringen foreta en uavhengig kartlegging av flyplasskapasiteten i det sentrale østlandsområdet i et framtidsperspektiv. I denne sammenheng må det også sees nærmere på de ikke-statlige flyplassenes plass i norsk luftfart.

Det har skjedd gjennom bl.a. endring i utbyttepolitikken i Avinor, der Avinor har fått beholde mer av sitt overskudd for å kunne finansiere satsingen på bl.a. Flesland og Gardermoen. Det er en politikk vi mener er riktig, og som vi skal fortsette med. Samtidig er det viktig at vi sørger for at de flyene som flyr, har så lave utslipp som mulig, og at staten er med på å bidra til det. Det skjer gjennom bl.a. avgiftspolitikken, men det kan også skje ved at Avinor, som staten eier, investerer i mer miljøvennlig drivstoff. Jeg synes Avinor har gått foran og vist både ansvarsvilje og evne til nytenkning i måten de ser nye prosjekt på. De har vært med og tatt ansvar, som flere har nevnt her, og har et investeringsprogram på 100 mill. kr for å se på hvordan en kan utvikle nytt, bærekraftig og lønnsomt biodrivstoff. En har også vært langt framme i å bidra til at biodrivstoff blir tatt i bruk på flyene. Jeg har ved flere anledninger vært med og markert milepæler på Gardermoen, for villighetserklæring til bruk av biodrivstoff og sågar faktisk bruk av biodrivstoff. Det ønsker jeg at vi skal legge til rette for. Det er viktig at det biodrivstoffet som brukes, er bærekraftig. Det har jeg oppfattet at alle i salen er enige om.

for å bidra til investeringsstøtte for å etablere den typen produksjonsanlegg, og det skal vi jobbe for videre. Så ber komiteen om at vi også ser på lufthavnstrukturen på Østlandet. I grunnlagsdokumentet til Nasjonal transportplan 2018–2029 har transportetatene og Avinor vurdert behovet for en tredje rullebane ved Oslo Lufthavn Gardermoen. I den forbindelse er det gjennomført en kartlegging av flyplasskapasiteten i det sentrale I tråd med de vedtakene som Stortinget nå gjør, vil jeg at det skal gjennomføres en uavhengig kartlegging av flyplasskapasiteten også i et framtidsperspektiv – en vil altså ta utgangspunkt i det som er, og det en har gjort, men også prøve å framskrive utviklingen. Som en del av denne kartleggingen vil jeg også se på de ikke-statlige lufthavnenes plass i norsk luftfart. Vi har i vår regjeringsplattform sagt at vi ønsker å legge til rette for å stimulere til at private aktører skal kunne både drive lufthavner og tilby tjenester i og rundt dem. Det er noe som vi vil følge opp, og som er i tråd også med det som stortingsflertallet her ønsker. Det betyr at vi skal kunne gjøre en god jobb med det. Det blir replikkordskifte. Jeg ser i dokumentet som ligger her, at Venstre er glad for

Men i motsetning til Venstre, som kaller dette en miljøavgift, innrømmer finansministeren at dette er en avgift for å saldere budsjettet. Jeg er spent på hva statsråden vil gjøre framover. 27. mai kunne vi lese i Dagens Næringsliv at forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt, Harald Thune-Larsen, mente at dersom regjeringen virkelig vil ha en avgift som reduserer antallet flyreiser, må flyseteavgiften på 88 kr omtrent femdobles til rundt 400

Samtidig står vi ved de kompromissene som stortingsflertallet har inngått, og regjeringen er forpliktet til å gjennomføre dem. Samtidig er jeg veldig glad for at dagens flertall velger denne løsningen hvis en først skal ha en avgift, framfor den løsningen som Arbeiderpartiet, Senterpartiet og andre heller har ønsket, nemlig å fjerne taxfree-ordningen. Å fjerne taxfree-ordningen ville ha vært den sikre død ikke bare for Rygge, men for veldig mange andre flyplasser. Vi vet at hvis en skulle kompensert tapet av inntektene Avinor-systemet har fra taxfree, ville en måtte ha en avgift som var langt høyere enn den flypassasjeravgiften det nå er snakk om. I valget mellom to ulike tilnærminger der en skattlegger flyreisene mer, er den ordningen som flertallet nå har vedtatt, den minst vonde. Jeg er for en gangs skyld glad for at statsråden svarte på noe helt annet, nemlig taxfree-ordningen, for den begynner å gå igjen i denne salen, uten rot i virkeligheten. Det er korrekt at det var et utvalg som så på taxfree-ordningen, men statsråden har sikkert fått med seg hva Arbeiderpartiet konkluderte i den saken. Arbeiderpartiet har ikke tenkt å fjerne taxfree-ordningen i Norge. Det er sett på organiseringen, det er

dagens Avinor-flyplasser, eller skal det være et supplement? Allerede i dag er de private flyplassene et supplement til Avinor-flyplassene. Dermed har jeg svart på spørsmålet, akkurat som jeg også svarte på forrige spørsmål. Jeg dro noen paralleller og litt historie, for hvis en ser på det Arbeiderpartiet har skrevet i innstillingen til Stortinget, er det mer alvorlig når det gjelder taxfree-ordningen, enn det representanten Juvik nå gir inntrykk av. På samme måte foreslo også Arbeiderpartiets landsmøte å utrede den avgiften som nå har blitt innført. Men jeg konstaterer likevel at jeg tror ikke siste ord er sagt når det gjelder flysituasjonen og avgiften. SAS varslet tidlig at det ville bli færre avganger som følge av avgiften. Når de nå har lagt fram sitt program, viser det at det er en kraftig økning i antallet avganger. Det som derimot sannsynligvis er faktum for Rygge, er at det er at en skal stille krav om skikkelige arbeidsvilkår og liknende ved basen på Rygge, at Ryanair ikke vil være med lenger – og ikke avgiften. Det sier de fleste analytikerne som kjenner

Vil det ikke da kunne være fornuftig å gå litt sterkere inn fra statens side, sånn at man får etablert industri som kan produsere bærekraftig drivstoff? Det vil jo være et kinderegg på mange vis. Det er viktig å være med og bidra til utvikling av mange typer industri som har flere bein å stå på. De siste åtte–ti årene, ja siden trenden snudde i 2003, har vekst i norsk økonomi stort sett vært en følge av økte investeringer i olje- og gassnæringen. Det gjorde oss veldig ensidig avhengig av én næring, til tross for at mange advarte mot det og ønsket å forbedre rammebetingelsene for f.eks. kraftforedlende industri fra datasentre o.l. Jeg er veldig stolt over at dagens flertall i Stortinget nettopp har gjort det – forbedret rammebetingelsene sånn at det nå er mer lønnsomt å investere i fornybar energi enn det var tidligere, gjennom endringer i avskrivningsreglene og grønne sertifikat. Vi har gjort at det er mer lønnsomt å drive vannkraftbasert industri i Norge ved at man får mer kontroll over vannkraften, i motsetning til den endringen forrige regjering gjorde. Og man har redusert en del avgifter på grønne datasentre. At vi også skal se på muligheten for å investere i biodrivstoff, er helt naturlig, og det er en del av den politikken som regjeringen har, men det er ikke det eneste vi skal stå på for i framtiden. Det er jo positivt at statsråden varsler at han vil se på det. Jeg vil minne statsråden om at en god del av de endringene som er skjedd innenfor fornybar energi, har det vært et bredere flertall for enn bare regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti og Venstre, så det er noe som Stortinget er opptatt av. Man ønsker å utvikle landet sånn at man har flere bein å stå på. Da tenker jeg at det er viktig at vi er offensive fra statens side når vi er i den situasjonen vi er i. Vi trenger arbeidsplasser, vi skape. «Det grønne skiftet» er forresten ord jeg ikke er så veldig glad i. For meg handler det mer om å sette naturen i arbeid på klokt vis. Her har vi muligheten til å gjøre det, så jeg ber statsråden se nøye på om det er mulig å intensivere arbeidet sånn at vi får både faset inn biofuel i flybransjen og etablert industri som kan være viktig f.eks. innenfor langtransport og veitrafikk med hensyn til biodrivstoff. Hvordan ser statsråden på det? Jeg tror den som best svarte på dette, egentlig var representanten Astrup i forrige debatt, som påpekte historikken bak biodrivstoffpolitikken og -avgiften. Den forrige regjering åpnet pumpeanlegg for biodrivstoff, som en deretter måtte legge ned på grunn av forrige regjerings avgiftsøkninger, mens med dagens regjering har vi fått redusert avgiftene og har sett en kraftig økning i investeringene. investeringene. Det synes jeg er veldig bra. Jeg registrerer også at skognæringen blir stadig mer involvert i metoder for å produsere biodrivstoff. Vi ser også at skognæringen sier at de har fått redusert sine transportkostnader med opp mot 50 mill. kr i året så langt, som følge av de satsingene som dagens flertall har gjort på veivedlikehold. Det gjør også at næringen lettere vil kunne tjene penger på å levere råstoff inn til biodrivstoffnæringen. Så vil jeg også understreke at jeg har registrert at blant dagens stortingsflertall er det et bredere storting som er for de endringene i rammebetingelsene som jeg nevnte, grønne datasentre o.l. Sånn var det dessverre ikke i de foregående åtte årene. Da ble de samme forslagene nedstemt av det vanlige flertallet. Replikkordskiftet er omme. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 11. Etter ønske fra transport- og kommunikasjonskomiteen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

Jeg tror de fleste er enige om problembeskrivelsen, men det kan være forskjellig oppfatning av hvordan dette kan løses. I representantforslaget foreslår Kristelig Folkeparti å etablere et statlig selskap som skal eie fergemateriellet, og at aktørene i markedet kun skal konkurrere om driften av fergene. Ifølge forslagsstillerne vil dette gi grunnlag for mer konkurranse, økt innovasjon og sterkere styring med kravene til miljøteknologi. Jeg skal ikke gå inn på de forskjellige partienes vurdering av forslaget, det overlater jeg til den enkelte, men vil gi noen betraktninger omkring de utfordringene vi ser i fergemarkedet. Det er et faktum at konkurransen i fergemarkedet er preget av få tilbydere. Totalt er det fire rederier som er i dette markedet, og det gjør at konkurransen kan oppleves som begrenset i en del anbudsutlysninger. Anbudssystemet som sådant er avhengig av effektiv konkurranse, og slik situasjonen er i dag, er det grunn til å reise spørsmål om det fungerer tilfredsstillende. Når vi samtidig vet at

f.eks. ved utlysningen av strekningen Anda–Lote ble det stilt krav om lav- og nullutslippsteknologi da anbudet ble lagt ut. Det betyr at det vil bli bygget to nye ferger, en elferge og en hybridferge. Et annet eksempel er gladnyheten før helgen om at rederiet Boreal skal bygge en ny miljøferge ved Fiskerstrand Verft AS på Sunnmøre, utviklet av Multi Maritime i Førde. Dette er en dieselelektrisk lavutslippsferge I tillegg er den forberedt for ombygging til hybrid, plug-in-hybrid eller helelektrisk drift med batteri. Det er imponerende å se hvordan både rederiet, verftet og den maritime industrien tar denne utfordringen, som igjen betyr nye, spennende arbeidsplasser. En veldig stor andel av fergestrekningene, både på riks- og fylkesveier, skal ut på ny anbudsutlysning i løpet av de nærmeste årene. Da blir det viktig å stille strenge miljøkrav og samtidig sørge for at standarden på fergemateriellet blir hevet. Samtidig må vi sørge for at ny teknologi blir innfaset på en fornuftig måte. DNV GL har påpekt at det er en risiko for at vi vil få for mange ferger med førstegenerasjonsteknologi om ikke dette blir håndtert på en fornuftig måte. Arbeiderpartiet har i tidligere debatter etterlyst en framskynding av anbudene, men det vil være å gjøre oss selv en bjørnetjeneste. Løsningen er en kontrollert innfasing av ny teknologi. Da vil vi få de beste løsningene, sikkerhet for driftsstabiliteten, en fornuftig kostnadsutvikling og mange muligheter for norsk industri. Gjennom forvaltningsreformen i 2010 ble en stor del av fergesambandene overført til fylkeskommunene. Det var sannsynligvis det verst tenkelige tidspunktet for fylkeskommunene å overta ansvaret. Etter første runde med anbudsutlysning og reduserte kostnader har vi siden 2010 sett en Dette er en betydelig utfordring for fergefylkene og gjør at noen fylkeskommuner sliter med å stille nødvendige krav til standard og miljøteknologi ved fornying av anbudene. Derfor er det bra at regjeringa nå oppdaterer kostnadsnøklene for ferge i inntektssystemet, slik at de bedre reflekterer de faktiske kostnadene. I tillegg ser vi gode eksempler som Hordaland fylkeskommune, som har fått betydelige midler fra Enova for å tilrettelegge for ny miljøteknologi. Det er et eksempel til etterfølgelse for andre fylkeskommuner.

Dette arbeidet skal være ferdig nå i 2016, og det er naturlig at det inngår i arbeidet med Nasjonal transportplan. Selv om vi ser en del utfordringer og praktiske problemer knyttet til modellen slik Kristelig Folkeparti har foreslått, finner vi det likevel naturlig at dette inngår i Statens vegvesens vurderinger, slik også statsråden har vist til. Det vil ikke være riktig å utelukke noen alternativer på dette stadiet i prosessen. Så får vi gjøre en totalvurdering når utredningen er fullført.

for dei av oss som ferdast langs kysten, og som også er viktig transportpolitisk. Sjølv om representantforslaget i all hovudsak fokuserer på dei statlege riksvegferjesambanda, er problembeskrivinga tilnærma identisk også for det som fylkeskommunane står oppe i. Dette er utfordringar som det må gripast tak i. Eg synest også det er bra at Samferdselsdepartementet har sett i gang ei heilskapleg vurdering, som er varsla å vera ferdig innan kort tid, for det kan ikkje vera tvil om at kostnadsutviklinga dei seinare åra, det generelle behovet for å fornya ferjeflåten og ikkje minst nødvendigheita av raskt å få til ein ferjesektor med låg- og nullutsleppsferjer, gjer organiseringa og strukturen på nytt og med eit ope sinn. Arbeidarpartiet imøteser difor det arbeidet som Statens vegvesen no skal vera i sluttfasen av. Eg vil likevel visa til at det i samleproposisjonen, Prop. 126 S for 2015–2016, som me skal behandla her i Stortinget om berre nokre dagar, kjem fram at det i 2016 og 2017 er lyst ut eller skal lysast ut konkurranse om heile ti nye riksvegferjesamband. I tillegg til dei store utfordringane eg nettopp har nemnt, viser talet på konkurransegrunnlag som er i kjømda, at det no hastar med å få ein gjennomgang og fastsetjing av framtidige prinsipp for organisering og struktur i ferjesektoren. Det vil vera fornuftig om staten i dei kontraktane som skal inngåast i den nærmaste tida, vurderer om dei kan inngåast på ein slik måte at dei ikkje vert låste for eventuelle framtidige endringar i sektoren. Det er difor etter Arbeidarpartiet si vurdering skuffande at regjeringspartia, Kristeleg Folkeparti og Venstre har vorte einige om å leggja denne saka inn i stortingsmeldinga om Nasjonal transportplan, som skal koma våren 2017. Eg var så heldig at eg fekk vera med på å behandla Stoltenberg II-regjeringa sin transportplan våren 2013, den same planen som statsråd Ketil Solvik-Olsen er så heldig å få lov til å styra etter, og som gjer at mykje går bra i Samferdsels-Noreg. Eg kan forsikra alle som driv med samferdselspolitikk, om at behandlinga av NTP er ei svært omfattande oppgåve som vil krevja all vår tid og merksemd mot slutten av vårsesjonen 20l7. Å leggja ei så viktig sak som framtidig innretning av ferjesektoren inn i komande NTP er difor ingen god

å sjå på på tvers av forvaltningsnivåa. Arbeidarpartiet forventar difor at regjeringa føreslår grep som kan letta situasjonen fylka er oppe i. Saman med Senterpartiet er me difor også einige om at regjeringa må føreslå ei ordning som kompenserer fylkeskommunane for meirkostnader på investeringssida, som overgangen til låg- og nullutsleppsteknologi i ferjesektoren inneber. Det er overraskande at dette forslaget berre har fått støtte frå

og det jobbes intensivt fra regjeringens side med dette. Det vil være avgjørende for å sikre stabilitet for innbyggerne i disse områdene. Dårlige værforhold bidrar tidvis også til stopp i ferjetrafikken, og faste forbindelser vil sørge for at dette ikke lenger blir så sårbart. Når det er sagt, vil vi fortsatt noen år fram i tid måtte belage oss på at ferjer er nødvendig for mange. Da må vi sikre at dette Man har de seneste årene registrert en formidabel kostnadsvekst i nye anbud på ferjetilbud. Det er ingen enkeltårsak til dette, men ulike krav og behov for økt kapasitet kan være noe. Videre er det også et faktum at ved forvaltningsreformen i 2010 ble hovedtyngden av ferjesambandet overført til fylkeskommunene. En stor del av ferjeflåten vår er svært gammel, og det er behov for fornying.

Jeg vil også benytte sjansen til å nevne at Norge har en betydelig verftsindustri som står klar til å ta imot bestillinger på oppgraderinger, eller bestilling av nye ferjer. Dette må vi benytte oss av. En stor del av anbudskontraktene på ferjesamband, det være seg statlige eller fylkeskommunale, skal fornyes de nærmeste årene. Dette bildet må da ses i en helhetlig sammenheng. Jeg vil, i likhet med saksordføreren, gi uttrykk for at Fremskrittspartiet også deler skepsisen til Kristelig Folkepartis opprinnelige forslag, men er tilfreds med forslaget vi nå står sammen om. Jeg vil også la det være opp til hvert enkelt parti å kommentere forslaget slik de ønsker, men jeg ønsker å nevne at det absolutt ikke finnes noen automatikk i at et fullt statlig eierskap bestandig er den beste løsningen. Når det er sagt, deler jeg fullt og helt bekymringen rundt fragmentert eierskap og ulik oppfølging. Fremskrittspartiet er enig i at det er viktig at også ferjeflåten fornyer Jeg vil imidlertid presisere at det også her er viktig at man bruker gode incentiver og gulrot framfor pisk. Økt antall og fordyrende krav vil ha negativ effekt på å få ned kostnadene for ferjetrafikken. Med dette i tankene ser vi med glede fram til å få tilbake departementets gjennomgang av saken. Jeg vil også berømme Møre og Romsdal fylkeskommune, som har lagt ned et omfattende arbeid i å få oversikt over status på ferjeflåten og kostnadene ved dette. Det er min oppfordring til departementet at man nå ser på arbeidet som er gjort der, før man konkluderer med videre organisering av ferjesektoren. Jeg vil til slutt også presisere viktigheten av at man i ny Nasjonal transportplan ser på oppgraderingen av ferjesektoren i sammenheng med etablering av fastlandsforbindelser på de aktuelle strekningene, slik at man får kostnads- og investeringsbildet i sin helhet. Norge er

Det er i alt 17 riksveifergesamband som frakter til sammen 9,6 millioner kjøretøy per år i Norge i dag. Det er 113 fylkesveifergesamband som frakter 11,4 millioner kjøretøy. Til sammen 130 riks- og fylkesveifergesamband og 200 årlig. Den årlige omsetningen på riks- og fylkesveifergene er på 5 mrd. kr, hvorav 50 pst. er tilskudd. I 2016 vil staten kjøpe riksveifergetjenester for nær 1 mrd. kr. Dette sier litt om omfanget. Norge er et fergeland. Utfordringen er imidlertid at det på mange fergesamband har vært stor kostnadsøkning. Det offentliges utgifter til kjøp av tjenester og materiell har økt mer enn gjennomsnittlig prisøkning skulle tilsi. Transportetatenes grunnlagsdokument til NTP viser at statens utgifter til kjøp av riksveifergetjenester har økt med 60 pst. fra 2010 til 2015. Etatene legger til grunn at utgiftene vil øke med ytterligere 50 pst. innen 2017. Samtidig anslår transportetatene at behovene bare vil øke, og det trengs større kapasitet på ferger og kaianlegg. Det vil gi ytterligere økt kostnadsvekst. Dette er en utfordring for mange fylker, og det kan i verste fall også gi dyrere billetter for kundene. Noe av problemet er helt klart mangel på tilbydere. Enkelte steder har vi nærmest en monopoltilstand. Da kan det bli kunstig høy prising fra tilbyder. Fergesambandene er konkurranseutsatte i dag, men markedet fungerer altså ikke godt nok. Anbudskontraktene blir unødvendig dyre. Dessuten er mange ferger svært gamle, flere av dem er bygd på 1960- og 1970-tallet med gammeldags teknologi og høye utslipp. Disse bør skiftes ut. En stor del av anbudskontraktene både på statlige og fylkeskommunale samband skal fornyes i løpet av de nærmeste årene. Kristelig Folkeparti er opptatt av at fornyelse av fergeanbudene blir benyttet til å fornye fergeflåten og sikre nye og mer miljøvennlige ferger. Det vil gi et bedre fergetilbud samtidig som det gir et vesentlig bidrag til lavere utslipp fra transportsektoren. Krav om nye og miljøvennlige ferger vil dessuten bety nye oppdrag til verftsindustrien. Det er viktig i en tid med nedbemanning og sviktende oppdragsmengde i andre markeder.

Et statlig fergeselskap som ett av flere alternativer synes vi er bra. I et statlig selskap kan staten eie alt fergemateriell, men selve driften av fergesambandene konkurranseutsettes. Dermed vil staten eie og ha kontroll over fergeflåten, og materiellet stilles til disposisjon for private tilbydere som drifter den enkelte strekning. Kristelig Folkeparti har forståelse for at dette må utredes, og at regjeringen vurderer dette når framtidig organisering av fergesektoren skal gjennomgås. Resultatet av arbeidet legges da fram for Stortinget i NTP, i tråd med det vedtaket som gjøres her i dag. Jeg er glad for at det går tydelig fram av vedtaket at framtidig organisering av fergesektoren må ivareta målene om økt innovasjon, innfasing av miljøvennlig teknologi og kostnadseffektiv drift.

og når vi samtidig vet at verftsindustrien står i en krevende situasjon, kan et statlig selskap med en klar innovasjonsstrategi gi nye arbeidsplasser i en presset næring. Jeg ser fram til arbeidet som nå skal gjøres, og jeg vil gi ros til regjeringspartiene for offensiv og positiv holdning i denne saken. Senterpartiet viser til at bakgrunnen for forslaget om å opprette et statlig ferjeselskap er

kostnadsveksten skyldes mangelen på et statlig selskap. Vi tror det heller er en konsekvens av et nytt anbudsregime og krav som er satt av kjøper. Derfor kommer vi ikke til å støtte forslaget. Men når det er sagt, deler Senterpartiet bekymringen for kostnadsveksten, særlig for fylkesveisambandene der fylkeskommunen ikke har fått kompensert for økte kostnader. Vi har mange fylkesveisamband i dette landet, og det er ganske krevende innenfor rammene fylkeskommunene har til disposisjon. Vi støtter økte miljøkrav. Det har vi gjort i en årrekke. Vi ønsker både på riksveisamband og på fylkesveisamband at man skal ivareta nullutslippsvisjonen. Det krever stor utskifting og ombygging av materiell, noe som vil avspeile prisen på ferjekontraktene. Derfor må omleggingen til mer miljøvennlig ferjesektor sikres finansiering fra statlig hold. Så mener vi det må opprettes en statlig finansieringsordning som sikrer at fylkeskommunene kan ta en aktiv rolle i å realisere nullutslippsvisjonen for ferjesektoren. Det vet jeg mange fylkeskommuner gjerne vil, men de har ikke økonomisk mulighet til det. Derfor har vi fremmet følgende forslag: ber regjeringen i statsbudsjettet for 2017 foreslå en ordning som kompenserer fylkeskommunens merkostnader ved å kreve null- og/eller lavutslippsordninger for

som kan se mer helhetlig på trafikken innen regionen. Venstre mener at kostnadsøkningene i fergesektoren er mer sammensatt enn det som kommer til uttrykk fra forslagsstillerne. Blant annet gjelder dette økte kvalitetskrav som åpningstider, regularitet, miljø, sikkerhet, utstyr og universell utforming. Jeg vil her vise til Oslo Economics som framhever i en rapport at det ikke kan konkluderes med at det er for få aktører i det norske

kan medføre redusert innovasjonstakt og trolig også økte kostnader knyttet til vedlikehold og oppgradering av materiell. Venstre viser til at verdens første helelektriske ferge går mellom Lavik og Oppedal. Det kan derfor ikke hevdes at næringen ikke er nyskapende nok. Staten og Enova bidrar til grønn omstilling av næringen, og Venstre mener at utviklingen av et hjemmemarked for lav- og nullutslippsferger vil sette norske verft i stand til å konkurrere på det internasjonale markedet. Venstre mener at det må legges forutsigbare rammebetingelser til grunn, slik at rederiene kan velge den til enhver tid beste miljøløsningen. Vi er litt overrasket over regjeringspartienes tilslutning her. her. Venstre mener uansett at det ikke er behov for å utrede forslaget om et eget statlig fergeselskap, og vil derfor stemme imot. Det å sikre god samferdsel over fjordene er

Det er bl.a. derfor en også jobber iherdig med å få etablert fastlandskryssinger mange steder der en har ferje i dag. Men vi må forholde oss til at ferjene er en del av hverdagen for mange og vil være det i lang tid. Vi er likevel litt bekymret over den kostnadsveksten som er, fordi det kan bety dyrere billetter for de reisende, men også fordi det legger beslag på Derfor har vi i regjeringen diskutert dette med Vegdirektoratet mange ganger, nettopp for å se hva vi kan gjøre for å få ned kostnadene. Noen av kostnadene er riktignok pålagt av oss selv som politikere. Gjennom vedtak om strengere miljøkrav, økt kapasitet, bedre materiell og flere avganger pålegger en seg selv også kostnader. De må vi ta. Men i det er det også en kostnadsvekst i bunnen, som gjør at en er bekymret for utviklingen. Vi ser også at en har gått i retning av at det er færre ferjeselskap, men fortsatt mange kjøpere. Det kan også bety noe for den prisen som markedet til slutt krever for å levere en viss tjeneste. Det er bakgrunnen for at vi har gjort den jobben som jeg nevnte, og for at vi har fått Vegdirektoratet til å sette i gang et utredningsarbeid for å se på både innkjøpsordninger, kontraktstrategier og muligheter for å skille mellom drift og fartøy. Hva som er fornuftig og ikke, skal ikke jeg konkludere med nå, men vi imøteser den rapporten som Vegdirektoratet er i gang med, og som skal komme, sannsynligvis til høsten. Så fort den rapporten foreligger, vil den bli sendt ut til fylkeskommunene på høring. Jeg mener det er viktig at vi finner en løsning her som er langsiktig, og som står seg. Derfor mener jeg også det er fornuftig at en gjør dette i sammenheng med Nasjonal transportplan. Når noen viser utålmodighet, er det for så vidt hyggelig og bra, men generelt pleier de samme personene å mene at alt annet som regjeringen gjør, skjer altfor fort. Tatt i betraktning at vi her vil ha fylkeskommunene med på laget nettopp fordi det her er både staten og fylkene som er kjøpere, mener jeg det er fornuftig at fylkeskommunene også får litt tid når de gir sine innspill til staten. Hvis vi allerede i statsbudsjettet til høsten skulle lagt fram vår sak, betyr det at fylkeskommunene i praksis ikke ville hatt høringsfrist. Det ville ikke gitt gode løsninger. Men jeg har veldig tro på at vi skal finne gode løsninger når vi behandler dette i Nasjonal transportplan. La meg også minne om, når noen sier at det er altfor mye som skal vedtas i Nasjonal transportplan til at en får gjort det skikkelig hvis en også skal tenke på ferjene, at det er veldig mye som skal vedtas også i statsbudsjettet i løpet av veldig kort tid, som gjør at jeg tror det ville blitt en dårligere behandling av en så viktig sak som dette er. Men jeg setter pris på engasjementet som forslagsstillerne har. Det er viktig at vi finner felles løsninger her, som gjør at det står seg over tid. Om det betyr at en dramatisk endrer på organisering og ansvar, om man får til bedre samarbeid eller på andre måter

2016 og 2017. Mitt spørsmål er: Vil det ikkje vera fornuftig om staten i dei kontraktane som skal inngåast i den næraste tida, kan rigga kontraktane slik at ein ikkje låser for eventuelle framtidige endringar i sektoren? Kan ein i alle fall ta høgd for det, slik at ein ikkje, når ein etter NTP-prosessen kjem til ei ordning som skal vera nærast varig, når ein etter NTP-prosessen kjem til ei ordning som skal vera nærast varig, allereie då har låst seg opp på ein del kontraktar? For det første mener jeg at det å gjøre som Arbeiderpartiet foreslår, vil være uheldig hastverk. Når Vegdirektoratet skal legge fram sin rapport i høst og vi ønsker å få fylkene til å gi tilbakemelding, betyr det at fylkene ikke ville fått sjanse til å gi tilbakemelding hvis vi samtidig skulle fått saken inn i budsjettdokumentene som Stortinget skal ha i oktober. fylkene ikke ville fått sjanse til å gi tilbakemelding hvis vi samtidig skulle fått saken inn i budsjettdokumentene som Stortinget skal ha i oktober. Det å gjøre som Arbeiderpartiet foreslår, å utelate fylkene fra arbeidet med en slik ordning, vil jeg se på som svært, svært uklokt. Når det gjelder kontraktene som skal inngås, vil det alltid være sånn at jo mer risiko man pålegger tilbyder, jo større kostnader vil man anta vil komme. Det er selvsagt i alles interesse at vi sørger for å ha en viss fleksibilitet, slik at hvis vi finner løsninger, vil vi kunne ta det med oss. Det vil vi prøve å hensynta så godt som mulig. Hvilken form det vil finne i kontraktene, er litt for tidlig å si. Takk for det. Eg synest det er flott at ein i alle fall er obs på det aspektet. Det er eit anna aspekt som eg ikkje tok opp i innlegget mitt. Det gjeld ferjestrategien si næringspolitikken. Fleire av våre beste bedrifter som lever av å utvikla maritime produkt, er avhengige av ein heimemarknad som hjelper til med å byggja, utvikla og testa ut nye produkt. Norsk maritim leverandørindustri er ei stormakt internasjonalt, og det er den internasjonale marknaden som er drivande for bedriftene. Når me i lys av gjennomgangen til Statens vegvesen skal leggja fram framtidig strategi for ferjesektoren, er eg oppteken av at me legg forholda til rette for norsk næringsliv. Kan statsråden bekrefta at han i sitt framlegg for Stortinget vil leggja vekt på også desse forholda – og då tenkjer eg òg på norsk miljøteknologi og ikkje berre Det mener jeg at regjeringen allerede gjør i godt samarbeid med Kristelig Folkeparti og Venstre. Vi har sagt at vi skal satse mer på miljøvennlig ferjeteknologi. Det ligger også som en del av regjeringsplattformen og som en del av forståelsen mellom de fire partiene at vi skal ta i bruk nullutslipps- og lavutslippsteknologi når markedet tillater det. Jeg mener at en også ser det allerede. På strekningen Anda–Lote, som er omtalt i innstillingen, tar en, som det er nevnt, i bruk miljøteknologi. En en, som det er nevnt, i bruk miljøteknologi. En bestiller altså en elferje og en ferje til med litt mer valgfri teknologi, men likevel med miljøkategorier i bunnen. Hordaland fylkeskommune har i to omganger fått tildelt nesten 300 mill. kr som støtte til sitt arbeid med å kjøpe inn miljøvennlige ferjer når de nå skal utlyse nye anbud. Vi ser altså at Enova gir mye støtte også til bygging av landanlegg for strøm

Ja,

AS

tror jeg

sat
siden

Det er ingen

skal

Fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe foreligger søknad om sykepermisjon for representanten Ingebjørg Amanda Godskesen fra og med 30. mai og inntil videre. Lene Langemyr er til stede og vil ta sete. Vi er da klare til å gå til votering.

Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Kristelig Folkeparti og Senterpartiet har varslet at de vil stemme imot. Lovvedtaket vil bli satt opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget.

Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Lovvedtaket vil bli satt opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Under debatten er det satt fram i alt tre forslag. Det er forslag nr. 1, fra Tove Karoline Knutsen på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet